Stortinget tar nå pause, og i samsvar med den annonserte dagsordenen vil det bli votering kl. 15. Stortinget er da klar til å gå til votering. Sakene nr. 1 og 2 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 44 og 45. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Under debatten er det satt frem i alt åtte forslag.